for et

Sakene nr. 8–10 er andre gangs behandling av lovsaker og gjelder lovvedtakene 71–73. Det foreligger ingen forslag til anmerkning til noen av sakene. Stortingets lovvedtak er dermed bifalt ved andre gangs behandling og blir å sende Kongen i overensstemmelse med Grunnloven. Sak nr. 11 er andre gangs behandling av lovsak og gjelder lovvedtak 74. Under debatten har representanten Kari Kjønaas Kjos satt fram et forslag på vegne av helse- og omsorgskomiteen. Forslaget Anmerkning: Under IV antas følgende bestemmelse å skulle endres slik: Loven trer i kraft 1. oktober 2017.» Det voteres over dette forslaget. Lovvedtaket – sammen med den vedtatte anmerkning – vil bli satt opp til tredje gangs behandling i et senere møte i Stortinget. Dermed er dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er